eksempler. Refusjon for legemidler til tobakksavvenning er ikke nødvendigvis det viktigste tiltaket for å redusere andelen røykere. Rundt to tredeler av dem som har sluttet å røyke, har klart det uten å bruke hjelpemidler. Andre trenger både veiledning, støtte og legemidler for å klare det. I ny tobakksstrategi vil vi vurdere hvilke tiltak som er mest effektive, og hva som kan gjøres for å styrke helsetjenestens hjelp til og hva som kan gjøres for å styrke helsetjenestens hjelp til røykeavvenning. Vi vil også vurdere endringer i legemiddelforskriften. Jeg takker statsråden for det positive svaret, at dette nå blir vurdert som ett av flere tiltak. Jeg er veldig enig med statsråden i at dette er ett av flere tiltak. Det er også positivt å vite at de tiltakene som regjeringen har satt i gang – og som vi satte i gang de siste årene, kanskje flere partier også – faktisk virker. Det er ett av de viktigste områdene, tror jeg, vi kan jobbe med fremover, når det gjelder folkehelse, ikke minst. Det er et tankekors at staten betaler utrolig mye som følge av røyking, men at vi da ikke er villige til å gi refusjon for de midlene som kan bidra til å få folk til å slutte å røyke. Jeg ser veldig positivt på svaret og har vel egentlig ikke så mange oppfølgingsspørsmål, men kanskje ett: Vet statsråden om det er mange andre land som har erfaringer med å gi gratis legemidler til røykeavvenning? Så vidt jeg vet, er det andre land som gjør det, men jeg kjenner ikke til detaljene om hvordan man har lyktes. Vi har tross alt gjort et forberedende arbeid her og har dette til løpende vurdering. Da må vi jo se på om dette er det vi vil prioritere foran andre tiltak, f.eks. massemediekampanjer, mye bedre målrettet veiledning. Jeg er helt overbevist om at det hjelper ikke å gi noen en pakke med legemidler hvis de ikke er motivert, og hvis de ikke får veiledning ved siden av. Og så har vi jo disse frisklivssentralene som hjelper folk til både røykeslutt og endring i livsstil, som nå er i 100 kommuner rundt om i landet, som jeg har veldig tro på som et godt virkemiddel for å få en bedre folkehelse, og som også kan spille en viktig rolle her. Dette er egentlig mye mer et spørsmål om hvor vi skal sette inn pengene, for det er ikke tvil om at hvis vi skal få disse legemidlene inn, vil det være store kostnader forbundet med det, kostnader som kanskje kunne ha vært brukt bedre på en annen

Det er helt nødvendig at de får veiledning, og at man er helt sikker på at de som eventuelt kommer inn under denne refusjonsordningen, er mennesker som er motiverte. I så måte kan man jo ha et godt regime for hvem som skal få det, slik at man kan være ganske trygg på at disse faktisk får det, og at de får oppfølging i tillegg. Jeg håper inderlig at statsråden tar dette med som ett av virkemidlene, sammen med

Hva vil statsråden foreta seg for at Helse- og omsorgsdepartementet med underliggende etater i større grad bidrar til å øke antallet lærlingplasser enn tilfellet er i dag?» Gode fagarbeidere er en forutsetning for et bærekraftig og velfungerende samfunns- og næringsliv. Det er et viktig mål for regjeringen å sørge for høy kvalitet på opplæringen og at mange nok velger en fagopplæring. og at mange nok velger en fagopplæring. Overfor de regionale helseforetakene har jeg forutsatt at det legges til rette for å øke antall læreplasser i videregående opplæring i helseforetakene. Dette er nedfelt i foretaksprotokollen med krav og rammer for 2011. I oppdragsdokumentet for 2011 har vi lagt vekt på at de regionale helseforetakene skal sørge for å etablere et tilstrekkelig antall læreplasser for helsefagarbeiderutdanningen og Helseforetakene samarbeider med fylkeskommunene, kommunene, offentlige opplæringskontorer og KS om å utvikle samarbeidstiltak på området. Ifølge Helsedirektoratet er tilgangen på læreplasser til helsefagarbeidere samlet sett på et tilfredsstillende nivå. De fleste læreplassene er i kommunene, og det er fortsatt behov for flere plasser i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har, på satt i gang et prosjekt for å få oversikt over lærlinger i helsefagarbeiderfaget i helseforetakene. Oversikten skal vise hvor de er, hvor mange de er, og hvilken tilknytning de har til helseforetaket. Helseforetakenes erfaringer med å ta inn lærlinger og hvilke planer de har for dette, vil også bli undersøkt. «Bli helsefagarbeider» er et nytt rekrutteringsprosjekt i samarbeid mellom KS, HSH, Spekter Prosjektet skal også bidra til å øke antall læreplasser i kommuner, helseforetak og private virksomheter, samtidig som det rettes oppmerksomhet mot kvaliteten i opplæringen. Statsforvaltningen må ta sin del av ansvaret for å legge til rette for flere læreplasser. Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har kartlagt mulighetene for å få flere lærlinger inn i Kartleggingen viser, med noen forbehold, at det er et potensial for flere lærlinger. Vi har gode erfaringer med å ha lærlinger både i mitt departement og i flere av de underliggende virksomhetene. Vi skal følge opp utviklingen i styringsdialogen mellom departementet og etatene.
Jeg må si at jeg føler at ministeren for så vidt har en god oversikt over situasjonen i sektoren og behovet framover; hun har tydeligvis tatt grep. Utdanningsdirektoratet har presentert søkertallet 2011–2012, og det er jo svært gledelig at flere søker seg til helse- og Det er disse arbeidsgruppene, personene, som skal ivareta den viktige og samfunnsnyttige oppgaven med å pleie og ta vare på våre eldre og pleietrengende, som også statsråden var inne på. Vil ministeren ta, eller har ministeren tatt, høyde for å tilrettelegge for enda flere lærlingplasser, ettersom behovet for det har økt? Det er en ganske stor økning i søknadstallet for dette året. Som representanten viser til, har det vært en økning i søknadstallene, og det er veldig gledelig. Dette er en gruppe fagarbeidere som vi er veldig avhengige av, og som vi vil være mer og mer avhengige av i årene som kommer. Det er til alles nytte at vi klarer å få gode helsefagarbeidere, med høyere utdanning, inn i helsesektoren. Det vil være en nøkkelfaktor framover. Når det gjelder å tilrettelegge, gjør vi jo det gjennom mange tiltak, som jeg også nevnte. Kommunene er en veldig viktig arena, men spesialisthelsetjenesten kan åpenbart gjøre mer. Derfor foretar vi en slik gjennomgående kartlegging av antall lærlinger – erfaringene med dem, og hvordan de selv opplever det. Det er gjennomgående kartlegging av antall lærlinger – erfaringene med dem, og hvordan de selv opplever det. Det er viktig for at vi skal skaffe oss erfaring med hensyn til hvordan vi skal klare å rekruttere flere. Jeg får stole på at det blir flere lærlingplasser, og hvis ikke ministeren selv sørger for å ivareta behovet, får vi hjelpe til ved å minne om behovet. Selv om vi skal glede oss over at det er flere som velger å utdanne seg innen helse- og sosialfag,

Spørsmålet er om ministeren vil sørge for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for disse typiske kvinneyrkene, slik at flere blir værende i yrket etter endt utdanning? Når det gjelder arbeidsvilkår, er jeg veldig opptatt av at vi må ivareta de folkene vi har i denne bransjen, innenfor hele helsesektoren, fordi – som jeg også sa i fordi – som jeg også sa i stad – at dette er en gruppe vi er veldig opptatt av. Når det gjelder lønnsforhold, er jo det noe som drøftes utenfor denne salen. Dette er en sektor som er preget av små og ofte lave stillingsbrøker og mye deltid, derfor er det gledelig at vi i løpet av de siste årene har fått 6 000 flere årsverk bare ved å øke Det er veldig positivt, og det er et arbeid som vi vil fortsette med. Derfor har jeg også stilt krav om at man skal redusere antall deltidsstillinger i spesialisthelsetjenesten med 20 pst. Det er viktig for å få flere heltidsstillinger. Så dette er noe som vi har stor oppmerksomhet på, og jeg er helt enig med representanten i at det er et stort ansvar for oss alle å sørge for lærlingplasser. Vi kan aldri bli gode nok. Dette skal vi jobbe aktivt for, for det dreier seg om fremtiden vår. «Befolkningen på 250 000 på Romerike står i fare for å miste sitt røntgentilbud som et resultat av Helse Sør-Øst, ifølge tingretten og lagmannsretten, har forsømt sin plikt til å sørge for likebehandling ved å la tilbyderne konkurrere på like vilkår. Vil statsråden sørge for at Helse Sør-Øst utlyser en ny anbudskonkurranse snarest og dermed sikrer et godt og forsvarlig røntgentilbud til befolkningen, slik at de ikke risikerer å stå i kø ved Ahus eller må reise til andre byer for å få et tilbud om røntgenundersøkelser?» De regionale helseforetakene skal sørge for spesialisthelsetjenester til innbyggerne i sin region. Det skjer gjennom aktiviteten i deres egne helseforetak, men også gjennom kjøp av helsetjenester fra private. Kjøp av helsetjenester må skje innenfor regelverket for offentlige anskaffelser. De regionale helseforetakene er egne rettssubjekter, og står dermed rettslig ansvarlig for de vurderinger og disposisjoner de gjør i denne sammenheng. Jeg har fått opplyst fra Helse at de har tatt kjennelsen i Eidsivating lagmannsrett til etterretning. De har besluttet ikke å anke videre. Som en konsekvens av dette, arbeider nå Helse Sør-Øst for å få på plass nye langsiktige avtaler om kjøp av radiologitjenester. Frem til slike avtaler er på plass, vil befolkningen sikres et forsvarlig og godt radiologitilbud gjennom midlertidige avtaler. Helse Sør-Øst er altså allerede i gang med tiltak for å sikre kontinuitet i radiologitilbudet til befolkningen i sin region, både gjennom midlertidige løsninger og gjennom forberedelse av langsiktige løsninger. Jeg takker for svaret. Det var for så vidt beroligende, i og med at Helse Sør-Øst nå har gått inn og vil sikre befolkningen et røntgentilbud, og at de nå har gått inn og vil sikre befolkningen et røntgentilbud, og at de nå jobber med å få på plass nye langsiktige avtaler. Men som jeg har sagt tidligere også, er det det samme for Høyre hvem det er som får dette anbudet. Det viktige for oss er at et røntgentilbud kommer på plass, og at det er nær der befolkningen bor. Betyr dette at det vil bli et røntgentilbud på Romerike, eller hva ligger det i nye langsiktige avtaler? Er det med Curator, som nå har hatt en avtale, eller er det nye som skal inn på banen? Slik jeg oppfatter det, skal man ut på en ny anbudsrunde. Jeg må si at jeg forventer jo at man har lært av den runden som har vært, og jeg vil igjen understreke at det er Helse Sør-Østs ansvar å gi et tilstrekkelig, godt og forsvarlig radiologitilbud til befolkningen i hele Jeg vil også samtidig si – siden det har vært stor oppmerksomhet om nettopp dette tilbudet og en del andre saker i forbindelse med innkjøpsprosessene – at vi har, som kjent for Stortinget, bedt om at dette blir evaluert. Det synes jeg også er nødvendig, for det er faktisk ganske viktig at det er tillit til de prosessene som skjer og de valgene som blir gjort. til de prosessene som skjer og de valgene som blir gjort. Det var en veldig god og bra avklaring for meg hvis det å inngå nye, langsiktige avtaler innebærer at dette nå skal ut på en ny anbudsrunde, at selskaper kan konkurrere på like vilkår, og at det legges til grunn at det skal være nærhet til tilbudet for befolkningen. Det er det aller, aller viktigste.

til det har vært en anbudskonkurranse. Kan statsråden bekrefte det? Så vidt jeg er kjent med, er det i form av forlengelse av tidligere avtaler. Dette kan jeg selvfølgelig sjekke i detalj for hele området, men det er det jeg er kjent med så langt.

ulovlig på halvøya. Dette kan skape problemer for kommunens drikkevann. Vil statsråden sørge for at de tamreinene som oppholder seg ulovlig på Lenvikhalvøya, snarest blir fjernet?» Først vil takke for hyggelig hilsen fra representanten Trældal. Jeg er fullt ut i stand til å stille opp her, og jeg gleder meg til å delta i de debattene som skjer i Stortinget. og jeg gleder meg til å delta i de debattene som skjer i Stortinget. Det er riktig som representanten Trældal sier, at Lenvikhalvøya befinner seg utenfor distriktsgrensen til reinbeitedistriktet i området, og at det dermed ikke er anledning til å benytte halvøya til reinbeite. Vi har også fått bekreftet fra Reindriftsforvaltningen i Troms at det likevel nå befinner seg rein der. Reinen har trukket dit på grunn av særdeles vanskelige Departementet har fått opplyst at reindriftsagronomen har vært på befaring i området, og at saken er behandlet av områdestyret i Troms. Områdestyret har gitt reinbeitedistriktet et pålegg om å drive ut all rein fra Lenvikhalvøya så snart dyrevelferden tillater det. Jeg forventer nå at områdestyret i Troms følger opp saken videre og setter inn de nødvendige tiltak for å få en slutt på reinbeitingen på Gjennom den nye reindriftsloven er styringsorganene gitt mer effektive verktøy til å ta tak i slike situasjoner, og for å iverksette mulige sanksjoner. Jeg forventer at disse verktøyene blir tatt i bruk, og vil følge områdestyrets behandling av denne saken nøye. Når det gjelder forholdet til drikkevann, så er det vannverkseier, i dette tilfellet kommunen, som er ansvarlig for å sikre befolkningen trygg vannforsyning. Jeg er kjent med at kommunen har drøftet situasjonen med Mattilsynet. kommunen har drøftet situasjonen med Mattilsynet. Vurderingen har så langt ikke skapt grunnlag for særskilte tiltak fra kommunen eller Mattilsynets side. Som statsråden sier, har reindriftsagronomen vært inne her. Etter de opplysningene jeg sitter på, har reindriftsagronomen opplyst at reinen skulle være borte innen 20. januar. Det ble den ikke. Området ble invadert før jul. Det som har skjedd, er at bøndene har måttet gå ut og politianmelde saken. Det gjorde de den 8. februar,

og det er fortsatt ikke gjort noe. Når skal statsråden sette regler som gjelder iverksettelse, og at det får konsekvenser for forvaltningen når de ikke gjør det de selv vedtar? Som jeg understreket i mitt første svar, har Reindriftsforvaltningen og områdestyret adekvate virkemidler som kan iverksettes og tas i bruk. og områdestyret adekvate virkemidler som kan iverksettes og tas i bruk. Som jeg også understreket, skal disse virkemidlene tas i bruk. Dersom pålegg om utdrivelse av rein fra Lenvikhalvøya ikke etterkommes av reinbeitedistriktet, og områdestyret mot formodning ikke treffer nødvendige vedtak om sanksjoner og tvangstiltak, er det selvsagt slik at Reindriftsstyret/Reindriftsadministrasjonen må følge opp og gjøre dette. Det er en sak som jeg følger opp overfor disse

vi de største drikkevannskildene, som 10 000 mennesker er koblet til. Mattilsynet har ansvaret for det. Reinkadaver i dette området – i dette nedslagsfeltet – kan skade drikkevannet til 10 000 innbyggere, noe som man også har EØS- og EU-regler for, samtidig som Mattilsynet i neste omgang ikke vil pålegge noen å fjerne rein fort

og helsemessig trygt vann. Ifølge drikkevannsforskriften er det forbudt å forurense vannforsyningen. Det er da helse- og omsorgsministeren som er ansvarlig for drikkevannsregelverket. Mattilsynet kan innenfor de rammene de har fått av Helse- og omsorgsdepartementet, gi pålegg med hjemmel i drikkevannsforskriften. Dersom Mattilsynet kommer til at denne situasjonen utvikler seg slik at det er fare for drikkevannsforsyningen på Lenvikhalvøya, regner jeg selvsagt med at tiltak blir iverksatt. La meg bare understreke at Mattilsynet har ansvaret for ulike forvaltningsområder for ulike departementer, og mitt inntrykk er at Mattilsynet balanserer de hensynene på en meget god måte. Vi må da forutsette at de følger de lover og regler og de forskrifter som ligger i bunnen for deres arbeid. Jeg ønsker å stille statsråden følgende spørsmål: «Jeg registrerer at lederen i Småbrukarlaget mener at likestilling og likeverd må inn i den kommende stortingsmeldingen om landbruks- og deres arbeid. Jeg ønsker å stille statsråden følgende spørsmål: «Jeg registrerer at lederen i Småbrukarlaget mener at likestilling og likeverd må inn i den kommende stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken. Er statsråden enig med Fremskrittspartiet i at det er viktigere og større utfordringer innenfor norsk landbruk enn kjønnsbalansen?» kjønnsbalansen?» Norsk landbruk står overfor en rekke utfordringer, ikke minst knyttet til lav lønnsomhet og lav inntjening. Mitt utgangspunkt er at landbruket ikke har råd til å la være å bruke den ressursen kvinner og jenter utgjør innenfor tradisjonelt landbruk, innenfor nye, bygdebaserte næringer og for utvikling av det sosiale livet

å bo på landet og livnære seg av landbruk og det landbrukseiendommen kan gi, enten alene eller i kombinasjon med annet arbeid. At sittende regjering tar disse utfordringene på alvor, har kommet tydelig til uttrykk gjennom de jordbruksavtalene som har blitt inngått mellom jordbruksorganisasjonene og den rød-grønne regjeringen. Jeg er opptatt av at regjeringen, gjennom den meldingen som vi om kort tid skal fremme for Stortinget om framtidens mat- og landbrukspolitikk, legger rammevilkår som bygger framtidstro, for en robust landbruksnæring – og da for begge kjønn. og da for begge kjønn. Jeg finner det riktig å sitere et gammelt og godt slagord: «Uten jenter stopper Bygde-Norge!» Til representantens spørsmål må jeg også få bemerke at jeg synes for så vidt det er viktigere ting å gjøre enn å konstruere unødvendige motsetningsforhold av denne typen. Jeg takker statsråden for svaret. Andelen kvinner som deltar aktivt i landbruket, og som er eiere av og som er eiere av en landbrukseiendom, har økt de siste 30 årene. I 1980 var andelen damer som deltok aktivt økonomisk i landbruket, 30,3 pst. I 2010, for ett år siden, var andelen økt med nesten 10 prosentpoeng, da var det 39,8, altså 40 pst. Det er da jeg ikke skjønner at det er et problem – at dette er noe som er viktig å ha med seg inn i forhandlingene om den stortingsmeldingen. Det må være andre, viktigere ting som lederen i Småbrukarlaget, som statsråden også kjenner godt, heller burde se på. For det er klart: Det er ganske mange ting i landbruket som har gått nedover. Vi har fått en masse tomme gårdsbruk. Vi har fått en masse gårdsbruk som ikke drives i det hele tatt. Vi har fått mindre dyrket areal. Vi har fått en dårligere økonomi. Vi har fått færre bønder, og vi har fått færre aktive bønder. Dette må da være viktigere? Landbruks- og matdepartementet har i en strategi for likestilling i landbrukssektoren fra 2007 satt et mål om 40 pst. kvinnelig representasjon når det gjelder eierandel, næringsutøvelse og deltakelse i Handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner fra 2008 er en fellessatsing fra sju departementer, herunder Landbruks- og matdepartementet. Målet er at vesentlig flere kvinner skal bli entreprenører, og at andelen kvinner skal være 40 pst. innen 2013. Kvinner eier i dag 25 pst. av alle landbrukseiendommer – det er mulig at tallene er litt ulike, men i alle fall etter det jeg har fått opplyst, er tallet 25 pst. – og andelen aktive kvinnelig gårdbrukere i Kvinner driver og eier ofte de minste gårdsbrukene. Men samtidig vet jeg at flere av samvirkeorganisasjonene har nådd målet om minst 40 pst. representasjon av hvert kjønn i sine styrer. Når det gjelder de økonomiske virkemidlene som Innovasjon Norge forvalter, har det vært en positiv utvikling i andelen etablerertilskudd og BU-midler til kvinner de siste årene. I 2009 var andelen på 42 pst. for BU-midlene og 76 pst. for etablererstipendene. Så det har skjedd mye positivt.
Papiret jeg viser til, kommer fra Landbruks- og matdepartementet, og der står det at 39,8 pst. damer var økonomisk aktive i landbruket i 2010, kontra 30,3 pst. i 1980. Det er klart at det er ingenting som tilsier at ikke kvinner skal lykkes i landbruket. Vi har fått at gutter gikk foran jenter når det gjelder odel. Det kreves like mye for å komme inn på skoler. Man får like mye lån. Man får jobbe likt. Det er ingenting som tilsier at kvinner ikke på lik linje med menn kan lykkes i landbruket. Derfor mener jeg at det må da være andre ting som må være viktigere for en leder i Småbrukarlaget enn å drive med dette. For det eneste som for så vidt er økt innenfor landbruket de siste årene da vi har hatt rød-grønn regjering, er antallet tomme gårdsbruk. Det er nesten det eneste som er økt. Det er negativt at vi har såpass mange gårdsbruk hvor lysene er slukket hele døgnet hele året. Det må vi se på – hvorfor det
og verdiskapning. For at landbruket skal utnytte det mulighetsrommet, må vi etter min mening arbeide målrettet for å rekruttere flere kvinner til næringen. Kvinner skaper liv. De organiserer fritidstilbud og sprer trivsel i sine lokalsamfunn. Deres engasjement og arbeid er et kjempeviktig bidrag til levende bygder. Kvinner er mangfoldige, løsningsorienterte og gode på å skape nettverk, og det er verdifulle egenskaper når man skal skape ny næringsvirksomhet med basis i gården og dens ressurser. Og meg bekjent er det slik at når vi vurderer hvor vellykket de ulike entreprenører er, ligger kvinner generelt sett foran menn når det gjelder å få til de prosjektene absolutt behov for flere kvinner, som gjør en stor jobb, og i den sammenheng synes jeg det er logisk at organisasjonene jobber med de problemstillingene. «Saksbehandlingstiden for attest E-301 økte fra 14 til 20 uker fra uke 47 i 2010 til

opparbeidet rett til dagpenger, går nå i 6,5 måneder uten inntekt. Situasjonen er fullstendig ute av kontroll, og statsrådens tidligere forsikringer om igangsetting av tiltak for å redusere ventetiden og at saken skulle følges nøye, har i stedet ført til det motsatte. Vil statsråden nå sørge for at Nav raskt reduserer ventetiden til normalnivå – tre uker?»
Arbeids- og velferdsetaten arbeider målrettet for å redusere saksbehandlingstiden. Saksbehandlingstiden økte kraftig som følge av den internasjonale nedgangskonjunkturen. Den førte til at Arbeids- og velferdsetaten mottok svært mange søknader om dagpenger fra borgere i andre EØS-land knyttet til dagpenger under permittering og attest E-301. Som en illustrasjon ble kravene om dagpenger under permittering mer enn tredoblet, fra 731 til 3 283 saker, fra 2008 til 2009. Antallet saker har holdt seg høyt også i 2010 og inn i 2011. For å redusere saksbehandlingstiden ble bl.a. bemanningen ved Nav EØS Dagpenger i fjor høst økt til 22 ansatte, en økning på 7,5 ansatte, om lag 50 pst. I tillegg ble organiseringen gjennomgått med henblikk på mer effektiv drift. Dette har gitt resultater. Saksbehandlingstiden for dagpenger under permittering for utenlandsk arbeidskraft er blitt redusert fra om lag 20 uker i fjor sommer til fem–seks uker. Det forventes at saksbehandlingstiden vil komme ned på et normalnivå på om lag tre uker i løpet av våren. Saksbehandlingstiden for utstedelse av E-301-attest er derimot fortsatt svært lang og betydelig over normalnivået på om lag tre Det er satt i gang tiltak for å få ned saksbehandlingstiden også på utstedelse av E-301-attester. Saksbehandlingen varierer en del fra uke til uke som følge av variasjoner i bl.a. saksinngangen. Etaten melder også om at det er mangler ved svært mange av sakene når det fremmes krav om dagpenger og attest E-301, noe som også bidrar til å forlenge saksbehandlingstiden. Etaten har derfor gått gjennom interne rutiner og saksgang i etaten. Det er bl.a. lagt vekt på å gi bedre informasjon og veiledning til Nav-kontorene, slik at Nav-kontorene kan gi best mulig informasjon og veiledning for å bidra til at søknader er komplette når de mottas. Det er ikke holdbart at saksbehandlingstiden er så lang, og det er derfor et mål å redusere saksbehandlingstiden betraktelig i løpet av året. Jeg kommer fortsatt til å følge utviklingen på dette området nøye fremover. Jeg synes statsråden har en veldig passiv tilnærming til

Dette er helt uholdbart, og det strider også mot de nordiske overenskomstene om at vi skal ha fri flyt av arbeidskraft, og at vi også skal ivareta deres sosiale rettigheter. Dette er diskriminering av utenlandsk arbeidskraft – de som har henvendt seg til meg, er svenske. Det er mange som går ledig, og det er store problemer. Dette er tredje gangen jeg tar det opp, og det er helt uholdbart. Dette er et stort grensehinder som kan fjernes med et pennestrøk, eller rett og slett ved å tilføre nok ressurser. Det vil alltid være slik at de ikke har fullstendige papirer i orden. Vi har her i landet en stor andel utenlandsk arbeidskraft, som vi må vi ivareta på lik linje. Vil

Så har vi fått en økning knyttet til attest E-301, som altså gjelder utlendinger – i dette tilfellet svensker – som skal få dagpenger fra den staten de kommer fra. Svenskene stiller ganske strenge krav for å godta disse attestene. De skal ha opplysninger om arbeidsforhold 15 år så det er mye arbeid når det gjelder den jobben, og det er mange feil knyttet til det materialet som kommer til Nav Dagpenger. Det vi nå har satt i gang, er nettopp å sørge for at de er best mulig, slik at det ikke blir så mye fram og tilbake for å rette opp feil. Vi har også økt bemanningen ved dette kontoret, nettopp for at man kan minske den økningen som har vært.

og det var slik at noen var midlertidig overflyttet fra en annen avdeling, som igjen da mistet ressurser. Så den avdelingen på Nav Utland må styrkes betydelig. Nå vil vi antakeligvis få enda flere som sier opp som følge av Adecco og bemanningsselskapene. Nav Utland må tåle svingninger. De må ivareta disse borgerne på lik linje med norske. og bemanningsselskapene. Nav Utland må tåle svingninger. De må ivareta disse borgerne på lik linje med norske. De svenske arbeidsledige er faktisk forpliktet til å ta jobb i Norge. Det er et felles arbeidsmarked, og det er helt uholdbart å gå over et halvt år uten inntekt på grunn av at Nav ikke har nok ressurser. Jeg er skuffet over at statsråden ikke vil gå mer aktivt inn og sørge for å sette inn nok ressurser øyeblikkelig, og ikke bare forholde seg til at hun

Det er ikke slik at Nav flytter personer til de ulike kontorene hver gang man øker bemanningen og ressursinnsatsen. Jeg må sørge for at vi til enhver tid bruker ressursene i Nav på den absolutt beste måten. Nav har på dette området fått en stor økning i ressursene de siste to årene. Det topper seg i perioder. Nav har prioritert dagpengene. Nå er det E-301 vi skal se nærmere på.

og begrunner dette med at de som småoppdrettere ikke lenger makter å følge opp alle de pålegg og byråkratiske innretninger som en stadig blir utsatt for. Dette gjelder alt fra samordna luseoppfølginger, forskriftsendringer etc. Det som nå fikk begeret til å flyte over, er Gullestad-utvalgets innstilling. Hva vil statsråden konkret foreta seg slik at også de mindre oppdretterne har livets rett?» Når det gjelder Arealutvalgets innstilling, er denne på høring. Det er derfor ikke aktuelt å kommentere enkeltelementer i utvalgets forslag før vi har vurdert høringsuttalelsene. Regjeringen er opptatt av å forenkle hverdagen for små og mellomstore bedrifter. Jeg kan som eksempel nevne fritaket for revisjonsplikten for små aksjeselskap. Så kan jeg slå fast at små havbruksbedrifter har livets rett. Faktisk er noen av de mest lønnsomme bedriftene innenfor havbrukssektoren små selskap. Fiskeridirektoratets «Økonomiske analyser akvakultur 2009» viser at små selskap har bedre totalrentabilitet og nesten like god driftsmargin som store selskap. De mindre selskapenes konkurranseevne synes med andre ord å være meget god. Fra forvaltningens side er det et mål at byrdene som pålegges næringen, ikke skal være større enn nødvendig. Nettopp derfor fullførte Fiskeridirektoratet og Mattilsynet høsten 2009 en gjennomgang av havbruksregelverket med sikte på opprydding av dagens regelverk. Dette arbeidet resulterte i en rekke forskriftsendringer på slutten av 2009. Fiskeri- og kystdepartementet har også et forenklingsprosjekt gående. Prosjektet har gjennomført flere møter med næringsaktører, både små og store, med det formål å avdekke unødige rapporteringsplikter eller andre byrder for næringen. Arbeidet følges fortløpende opp i departementet. Det finnes også regelverk som er ment å bidra til en lettere hverdag spesielt for mindre selskap. For eksempel er det i havbruksregelverket åpnet for samdrift og samlokalisering, dette for å gi små selskap mulighet til å samarbeide om driften i større grad enn ellers, slik at også disse kan høste stordriftsfordeler. Noen byrder vil det imidlertid alltid være nødvendig at alle oppdretterne underlegges, eksempelvis miljøkrav. Jeg kan ikke se at størrelsen på et selskap skulle være et avgjørende kriterium for om de må ta del i kampen mot lakselus, for å nevne et aktuelt tema. Norsk havbruksnæring skal være miljømessig bærekraftig, og det innebærer at forvaltningen må ha regelverk og tilsyn og iverksette tiltak dersom krav og regler ikke overholdes eller miljømål ikke nås. Slike rammevilkår må være like for alle.

Det er ikke det vi snakker om når det gjelder oppdrettsselskap og de investeringene de foretar i så henseende. Det er nok andre typer regelverk som slår inn der. Jeg har et spørsmål til statsråden, for statsråden vil jo ikke svare når det gjelder innstillingen fra Arealutvalget, altså

og ikke har anledning til å være her. Da vil jeg følge opp spørsmålet lite grann i et litt videre perspektiv og ikke fullt så konkret. Mener statsråden det er viktig at det – før man går til grundige endringer knyttet til bl.a. areal, plassering, sonelokalisering etc. – blir foretatt en konsekvensutredning før man pålegger disse tingene? Videre: Kan statsråden også si seg enig i at Videre: Kan statsråden også si seg enig i at hvis man setter lusetallene så lavt at man stadig må avluse anlegg, kan man komme i en situasjon der man kan få resistens mot lusebehandling? Vil statsråden sørge for at man får en bedre samordning der i hvert fall? Jeg må vise til det svaret jeg har gitt når det gjelder det mer generelle, som arealplanlegging og høringen som er ute. Når det gjelder miljøkrav og lusekrav, må jeg vise til at det gjelder generelle miljøkrav for både små og store anlegg, litt uavhengig av hverandre; miljøkravene må gjelde. Men for øvrig må jeg bare si, og jeg forstår at det ikke er et tilfredsstillende svar for for øvrig må jeg bare si, og jeg forstår at det ikke er et tilfredsstillende svar for representanten, at jeg må ta dette tilbake til fiskeriministeren, og så får fiskeriministeren på en egnet måte gi svar til representanten. Dette spørsmålet er utsatt fordi statsråden er bortreist. Dette spørsmålet utgår, da presidenten ikke kan registrere at representanten er i salen.

på strøm i hele landet, og samme mulighet for næringsutvikling. Der er vi ikke i dag, og det kommer til å kreve store investeringer i nett og Statsråden uttalte også at kraftkrisen i Midt-Norge er overmoden for en løsning. Hvilke konkrete tiltak vil statsråden nå iverksette for å følge opp, og hva er tidsperspektivet?» Aller først vil jeg replisere og si takk for gratulasjonen. Jeg vil signalisere at også jeg ser fram til et godt samarbeid med med Kristelig Folkeparti og Line Henriette Hjemdal. Så til programerklæringen, som jeg mener er en god programerklæring. Det er viktig med rimelig forutsigbare rammevilkår for husholdninger, næringsliv og industri uansett hvor hen man holder til i landet. Et stabilt og effektivt kraftsystem er en forutsetning for sikker energiforsyning og for sikker energiforsyning og dermed helt nødvendig for samfunnssikkerheten i Norge. Vi er opptatt av at vi skal ha god forsyningssikkerhet for strøm over hele landet. Det er viktig at nødvendige nettprosjekter blir gjennomført i tide, slik at vi unngår at enkelte regioner har lavere forsyningssikkerhet enn ønskelig. Vi kan ikke risikere at den helt nødvendige nettsatsingen stopper opp. De neste årene er det planlagt flere nettutbygginger. For landet som helhet summerer investeringene seg til om lag 40 mrd. kr de neste ti årene. Når vi nå er inne i en periode med økte investeringer i nettet, mener jeg at det er passende å legge fram en stortingsmelding om nettspørsmål, og som jeg tar sikte på å fremme i løpet av året. Hensikten med meldingen er å legge fram de overordnede føringene for utviklingen av det sentrale overføringsnettet. Det trengs fordi det ikke er noen grunn til å tro at nettutbygging ikke vil bli konfliktfylt også i framtiden. Skal vi lykkes i den kraftfulle investeringsperioden som ligger foran oss, vil det være en fordel om et samlet politisk miljø har vurdert de ulike avveiningene som må foretas. Også opposisjonen trenger på nytt å bli utfordret på dette, til tross for behandlingen av Ot.prp. nr. 62 for 2008–2009, i 2009. Det tar svært lang tid å få beslutninger

Når det gjelder Midt-Norge, er det behov for ytterligere tiltak for å bedre situasjonen. Viktigst her vil være å holde framdriften oppe i arbeidet med realiseringen av overføringsforbindelsen Ørskog–Sogndal, som regjeringen presenterte planer for framdrift for i fjor høst. Men dette er ikke det eneste tiltaket som nå må gjennomføres.

men jeg vil arbeide kontinuerlig mot det langsiktige målet som for meg står fast, nemlig en lik og forutsigbar pris på strøm i hele Norge. Det er en god programerklæring som statsråden har kommet med. Det vil bli krevende å følge den opp, men det er helt nødvendig. Når Statnett sier – i sin pressemelding forrige uke – at kraftsituasjonen vekker økende bekymring,

er: Hvor lang tid gir han seg selv med tanke på denne energimeldingen, som den tidligere olje- og energiministeren varslet i 2014? Vi vet at vi har ikke så lang tid. Han sier han vil komme med en sak om nett i løpet av året, men har du rom for å vente til 2014 med å legge fram en ny energimelding – hvem som nå enn er statsråd den dagen? Presidenten vil gjøre representanten Hjemdal oppmerksom på at all tale skal rettes til presidenten. Beklager. Det var mange anslag i det spørsmålet. Jeg skal prøve å svare på det meste. For det første tror jeg det er viktig å holde fast på at en meldingstekst i seg selv ikke nødvendigvis forbedrer kraftsituasjonen. Vi er nødt til å arbeide prøve å minimere risikoen for å havne i den situasjonen som vi nå er i ferd med å havne i i deler av landet – dvs. økt produksjon og økt overføringskapasitet. Så er det heller ikke til å komme utenom at i et land som er vannskraftbasert, som vårt eget – og i nesten alle tilfeller er det et stort pre – som gir oss rikelig og rimelig tilgang på miljøvennlig energi, vil det være sånn hvis det regner lite, snør lite, og hvis det kombineres med kulde over lang tid,

vi snakker om når det gjelder oppdrettsselskap og de investeringene de foretar i så henseende. Det er nok andre typer regelverk som slår inn der. Jeg har et spørsmål til statsråden, for statsråden vil jo ikke svare når det gjelder innstillingen fra Arealutvalget, altså

slik at disse småoppdretterne bl.a. må ha settefisken også utenfor denne sonen, som vil skape store problemer? Vil statsråden ta initiativ til at det blir foretatt en konsekvensutredning i så henseende før man iverksetter bl.a. disse tiltakene? Når det stilles så konkrete spørsmål knyttet til dette saksfeltet, må jeg rett og slett si at dette må jeg ta med meg til fiskeriministeren, for det er jeg ikke forberedt på å kunne svare på. Jeg jeg ta med meg til fiskeriministeren, for det er jeg ikke forberedt på å kunne svare på. Jeg forventer jo at statsråden i hvert fall er delvis informert om fagfeltet når hun skal svare på spørsmål i Stortinget fordi fiskeriministeren er på reise i Finnmark og ikke har anledning til å være her. Da vil jeg følge opp spørsmålet lite grann i et litt videre perspektiv og ikke fullt så konkret. Mener statsråden det er at det – før man går til grundige endringer knyttet til bl.a. areal, plassering, sonelokalisering etc. – blir foretatt en konsekvensutredning før man pålegger disse tingene? Videre: Kan statsråden også si seg enig i at hvis

og høringen som er ute. Når det gjelder miljøkrav og lusekrav, må jeg vise til at det gjelder generelle miljøkrav for både små og store anlegg, litt uavhengig av hverandre; miljøkravene må gjelde. Men for øvrig må jeg bare si, og jeg forstår at det ikke er et tilfredsstillende svar for representanten, at jeg må ta dette tilbake til fiskeriministeren, og så får fiskeriministeren på en egnet måte gi svar

Der er vi ikke i dag, og det kommer til å kreve store investeringer i nett og overføringskapasitet.» Statsråden uttalte også at kraftkrisen i Midt-Norge er overmoden for en løsning. Hvilke konkrete tiltak vil statsråden nå iverksette for å følge opp, og hva er tidsperspektivet?» Aller først vil jeg replisere og si takk for gratulasjonen. signalisere at også jeg ser fram til et godt samarbeid med Kristelig Folkeparti og Line Henriette Hjemdal. Så til programerklæringen, som jeg mener er en god programerklæring. Det er viktig med rimelig forutsigbare rammevilkår for husholdninger, næringsliv og industri uansett hvor hen man holder til i landet. Et stabilt og effektivt kraftsystem er

De neste årene er det planlagt flere nettutbygginger. For landet som helhet summerer investeringene seg til om lag 40 mrd. kr de neste ti årene. Når vi nå er inne i en periode med økte investeringer i nettet, mener jeg at det er passende å legge fram en stortingsmelding om nettspørsmål, og som jeg tar sikte på å fremme i løpet av året. Hensikten med meldingen er å legge fram de overordnede føringene for utviklingen av det sentrale overføringsnettet. Det trengs fordi det ikke er noen grunn til å tro at nettutbygging ikke vil bli konfliktfylt også i framtiden. Skal vi lykkes i den kraftfulle investeringsperioden som ligger foran oss, vil det være en fordel om et samlet politisk miljø har vurdert de ulike avveiningene som må foretas. Også opposisjonen trenger på nytt å bli utfordret på dette, til tross for behandlingen av Ot.prp. nr. 62 for 2008–2009, i 2009. Det tar svært lang tid å få beslutninger

Når det gjelder Midt-Norge, er det behov for ytterligere tiltak for å bedre situasjonen. Viktigst her vil være å holde framdriften oppe i arbeidet med realiseringen av overføringsforbindelsen Ørskog–Sogndal, som regjeringen presenterte planer for framdrift for i fjor høst. Men dette er ikke det eneste tiltaket som nå må gjennomføres. Statnett planlegger investeringer samlet i regionen for 9 mrd. kr de neste ti årene, samtidig som er ikke det eneste tiltaket som nå må gjennomføres. Statnett planlegger investeringer samlet i regionen for 9 mrd. kr de neste ti årene, samtidig som en fortsatt stor satsing på Enova og etableringen av et sertifikatmarked vil legge til rette for betydelige resultater på fornybar energi og energiomlegging, altså økt produksjon, økt sparing og økt overføringskapasitet. Alt dette er omfattende tiltak, men jeg vil arbeide kontinuerlig mot det langsiktige målet som for meg står fast,

en bekymring som både statsråden og denne salen deler. Vi har nå en anstrengt situasjon når det gjelder strøm i Sør-Norge, og en stram situasjon både i Nord-Norge og i Midt-Norge. Spørsmålet jeg vil reise til statsråden, er: Hvor lang tid gir han seg selv med tanke på denne energimeldingen, som den tidligere og energiministeren varslet i 2014? Vi vet at vi har ikke så lang tid. Han sier han vil komme med en sak om nett i løpet av året, men har du rom for å vente til 2014 med å legge fram en ny energimelding – hvem som nå enn er statsråd den dagen? Presidenten vil gjøre representanten Hjemdal oppmerksom på at all tale skal rettes til presidenten. Beklager. Det var mange anslag i det spørsmålet. Jeg skal prøve å svare på det meste. For det første tror jeg det er viktig å holde fast på at en